over tid. Jeg vil bare avslutningsvis si: For å styre i stort, med tanke på todelinga i næringsliv, todelinga i arbeidsliv og de store regionale forskjellene, er det viktig at en nå ikke bare diskuterer å gi mer gass, men at en også diskuterer å bruke brems. Brems er en like viktig pedal som gass for en som er en dyktig leder. Det må en grundig diskusjon til om det politiske faktum som jeg har erfart nå i finanskomiteen, nemlig at olje- og gassektoren tar det de trenger, som en sentral representant sa, og så skal en politisk debattere hva som blir igjen til resten. Slik kan det ikke være, for det fører til en slik todeling at det skaper utrolig store utfordringer for det resterende næringsliv og for de mennesker som da ikke får del i det

priser på norsk eksport har steget de siste årene og dermed òg dempet presset på lønnsomheten. Det er en utvikling som kan snu. Utsiktene til lavere økonomisk vekst og lavere etterspørsel fra handlingspartnerne våre gjør situasjonen mer krevende for eksportrettede virksomheter i Norge. Å koble sammen skattepolitikk og lønnsoppgjør er ikke noe godt svar på denne utfordringen. Til representanten Tybring-Gjedde: Dette har vi prøvd før. Erfaringene var ikke helt gode, for å si det på den måten. En hadde såkalte kombinerte lønnsoppgjør midt på 1970-tallet. De som kjenner historien godt, vet at mot slutten av 1970-tallet var prisveksten så høy at en faktisk måtte gå til lønns- og de endringer som skjedde når det gjelder skatter og andre budsjettiltak, som ble brukt tidlig på 1970-tallet, var å bidra til økt kjøpekraft og bedre konkurranseevne. Likevel så vi i ettertid at lønnsveksten gikk i været, og samtidig ble både statsfinanser og utenriksøkonomien kraftig svekket. Som saksordføreren òg var inne på, vil en slik inntektspolitikk basert på skattelettelser undergrave det ansvaret som partene har for å få til ansvarlige inntektsoppgjør. I tillegg ville en slik politikk òg innebære en mer ekspansiv finanspolitikk, dersom skattelettelsen ikke ble dekket inn gjennom andre tiltak i budsjettet. Allerede i oljemeldingen fra 1973 ble det pekt på at en for ekspansiv budsjettpolitikk kunne innebære store utfordringer for det konkurranseutsatte næringslivet. Jeg tror det er viktig å ha denne erkjennelsen med seg når en ser på rammeverket som er etablert rundt den økonomiske politikken. Nå skal ikke jeg ta det kjente innlegget om handlingsregelen – det er godt kjent i salen her. Men det rammeverket vi har rundt den økonomiske politikken, er Så er det slik at den offentlige utredningen fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene – som er interessant lesning både faktisk og når det gjelder de tall og tabeller som er i den – skal legge til rette for den felles forståelse av tallgrunnlaget for inntektsoppgjørene. Det skal òg legge til rette for en felles forståelse av hva slags utfordringer norsk økonomi står framfor. Den norske lønnsforhandlingsmodellen som sprang ut av Aukrust-utvalget i 1966, bygger på at lønnsveksten over tid må holdes innenfor rammer som konkurranseutsatt næringsliv kan leve med. Det er viktig nå å støtte opp om denne modellen. Da må vi òg holde fast ved at gjennomføringen av lønnsoppgjøret er partenes ansvar, slik at de fullt ut tar hensyn til den økonomiske situasjonen. Det beste bidraget regjeringen og flertallet i Stortinget kan gi i så måte, er å føre en forsvarlig økonomisk politikk som er tilpasset den økonomiske situasjonen, og som er en politikk i tråd med det regjeringen har lagt fram i revidert nasjonalbudsjett. Det blir replikkordskifte. Flere av talerne, bl.a. saksordføreren fra Arbeiderpartiet, Høyres Gunnar Gundersen, Lundteigen og nå sist finansministeren, sa at man ikke skal blande skatter og avgifter sammen med lønnsoppgjøret. I jordbruksoppgjøret – som foregår i disse dager, og som i stor grad er bøndenes lønnsoppgjør – har man ved flere anledninger og avskrivningsregler som en del av lønnsoppgjøret. Gjelder ikke de samme reglene her? Jeg tror det er viktig å holde fast ved og bygge på erfaringer fra tidligere. Det at staten gjennom skattelettelser skal prøve å påvirke at det blir mindre lønnstillegg i lønnsforhandlinger, er en modell som vi har prøvd tidligere, og som i ettertid viste seg ikke fikk de virkningene som en skulle ha. Det kan faktisk skje på den måten at i en lønnsforhandling der en først har fått se et kort som betyr skattelette, er det ikke dermed sagt at en holder tilbake på lønnskravene. Så en kan faktisk få en sterkere virkning enn den en har sett for seg. Mens en tidlig på 1970-tallet så for seg at en skulle ha en reallønnsvekst i området rundt 3 pst., som på en måte var en målsetting, Så uansett oppgjør bør en holde seg til de rene forhandlingsmessige forholdene, og så kan det hende at det er spesielle næringsmessige forhold som blir tatt opp i forbindelse med inntektsoppgjør, f.eks. i forbindelse med jordbruksforhandlinger.

om utviklingen i Afghanistan samt norsk sivilt og militært engasjement legges ut for behandling i et senere møte. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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

Det same gjer eit breitt fleirtal i dagens finanskomité. Eg lurer litt på kvifor forslagsstillarane er opptekne av dette. Er det for å få betre styring med pengane, eller er det for å få meir motorveg, som dei brukar som døme i forslaget? Trur dei at det vert meir pengar av å endra budsjetteringsprinsippet, eller er det kanskje for lettare å konkurranseutsetja statlege oppgåver? Ein overgang til periodiserte budsjett vil gje eit svakare grunnlag for politisk styring, både av statleg verksemd og av den norske økonomien. Det er òg slik at berre fire av dei 34 landa i OECD har fullt ut periodiserte budsjett, og det har vorte stilt spørsmål ved om dette faktisk gjev god nok styring med statsfinansane. I representantforslaget vert det peika på at «Norge er nå det eneste nordiske landet som ikke har statsregnskap Men det er slik at fleirtalet av OECD-landa heile tida har hatt og har framleis kontantbaserte statsbudsjett og statsrekneskap. Her er det Finland og Sverige som skil seg ut, ikkje Noreg. Danmark følgjer kontantprinsippet for sentrale delar av statens utgifter, men ikkje Når denne regjeringa allereie har opna for at statlege verksemder som ønsker det, kan ta periodiseringsprinsippet i bruk for sine internrekneskap, har det vore ein føresetnad at dette ikkje skal medføra nokon endringar i verksemdas økonomiske fullmakter. Det er gjort for å sikra den politiske styringa. Motorveg er nemnd som eit døme i forslaget. Då kan me byggja meir om me har periodiserte budsjett, meiner Framstegspartiet. Det første året litt lågare kostnader, men deretter vil ein måtta auka løyva til avskrivingar, noko som i neste omgang vil gje mindre økonomisk handlefridom. Det er òg slik at representantforslaget inneber at verksemdene i staten skal få tilgang til å ta opp lån mot framtidige løyvingar for å dekkja avskrivingar. Eg er glad for at fleirtalet er samd med Arbeidarpartiet når me meiner at det ikkje er behov for at staten lånefinansierer investeringar eller andre utgifter som i dag vert førte over streken. Det er lett å ønska seg meir pengar til enkeltpostar, men det vert ikkje meir pengar av å endra budsjettføringa. Det handlar om å prioritera, om å bruka dei store pengane på dei store sakene. Dersom Framstegspartiet ønsker meir pengar til veg og jernbane,

Hvis vi skal bygge motorvei for 50 mrd. kr over statsbudsjettet for 2013, vil hele kostnaden med dagens system føres som en utgift i 2013, til tross for at folk og samfunn vil ha store nytteverdier av veiinvesteringene i både 50 og 60 år fram i tid. I privat sektor fører man regnskap etter periodiseringsprinsippet, som ikke har disse skjevhetene. Den politiske konsekvensen av kontantprinsippet er at viktige infrastrukturinvesteringer settes opp mot løpende driftsutgifter, og kan fort føre til at man velger å bygge 2 km vei hvert år i ti år på en strekning framfor 20 km på ett år. Ikke minst bør vi ha dette i minne når Stamnettutredningen 2011 viser til at det trengs nærmere 500 mrd. kr for å oppnå en akseptabel veistandard. Innen luftfart har storting og stat løst problemet på en god måte. Staten eier Avinor, Avinor eier flyplassene, og Avinor fører sine regnskap og budsjetter etter periodiseringsprinsippet. Dette medfører forutsigbarhet, og Avinor kan investere langsiktig for framtiden. Investeringer som Avinor har gjort og kommer til å gjennomføre, ville vært en umulighet med kontantprinsippet. Dessverre tar regjeringen for stort utbytte, men det blir en annen diskusjon. Regnskapsprinsippet Avinor bruker, periodiseringsprinsippet, virker veldig bra, og det er på høy tid at vei, jernbane, skolebygg osv., der forfallet er enormt, tar i bruk det samme prinsippet. Revisorforeningen har sendt ut et eget høringsnotat om Fremskrittspartiets forslag, hvor det pekes på nettopp Avinor-modellen som en stor suksess, og de ender opp med følgende spørsmål: Hvorfor krever man ikke de samme prinsipper på departementalt og konsolidert nivå? Kontantprinsippet er også en av grunnene til at offentlig infrastruktur forfaller. Ved periodiseringsprinsippet ville virkeligheten blitt annerledes. Hvis en veistrekning ikke ble vedlikeholdt, ville verdien av veiinvesteringen måtte nedskrives i takt med forfallet av veien, og dette ville komme tydelig og klart fram av balanseoppstillingen. Etter kontantprinsippet blir derimot vedlikehold jevngodt med å kaste pengene ut av vinduet. Kontantprinsippet er en barriere mot innsyn, stykkpris og utfordringsrett sammenlignet med privat sektor og periodiseringsprinsippet. Heldigvis er det slik at noen tør å utfordre såkalte etablerte sannheter, mens andre på død og liv skal være lojale og tro overfor et system de mener de er en del av selv. Men det er ikke de lojale systembærerne som over tid vinner fram, tvert imot er det de nytenkende, gründerne og de som tør å utfordre et feilslått system. Hvis ikke ville vi fortsatt bodd i huler og vært på steinaldernivå. Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for fri konkurranse på telemarkedet, alternative tv-kanaler og fristilling av Posten. Slik vil vi også en dag få gjennomslag for periodiseringsprinsippet for regnskap i Stortinget og i staten. For til syvende og sist handler dette forslaget om å spille på parti med framtiden. Jeg fremmer herved Fremskrittspartiets forslag.

Grunnen til at vi i dag stemmer mot forslaget, er at vi mener at skal man endre statens regnskapsprinsipper, bør man gjøre det etter en helhetlig vurdering av saken framfor på bakgrunn av et representantforslag, iallfall når departementet er rimelig skeptisk. Selv om man ikke lykkes med å få penger til de formålene man vil, er det ikke så enkelt at bare man

altså der – ble denne saken utredet og lagt fram for Stortinget, med et rimelig tilsvarende flertall som i dag, ser det ut som, når det gjelder at man ikke skulle endre dette. På den annen side ser vi jo at det er en del fordeler med å tenke nytt, som flere representanter fra Fremskrittspartiet har lansert i dag. Det er det heller ingen andre som er uenig i. Man ser det i kommunene, man ser det i ulike statlige enheter, man ser det ikke minst i de statlige aksjeselskapene. Men jeg tror at vi er tjent med en videre faglig debatt, som etter hvert også kan bli en del av en større politisk debatt. Derfor har Høyre lagt inn merknader om at vi ønsker en debatt om dette velkommen.

så enkelt. Det er rett og slett beinharde politiske prioriteringer som avgjør om man får midler til det man ønsker, ikke hvilke regnskapsmodeller man bruker. Vi har også merket oss de innspillene som kommer fra fagmiljøet Revisorforeningen. Vi mener fra Høyres side på denne bakgrunn at regjeringen med jevne mellomrom bør diskutere problemstillingen med fagfolk, men også i større grad ta Stortinget med på den diskusjonen. En bør også involvere KS, sånn at standpunkt

For Senterpartiet er motivet i tilfelle å få bedre styring. Fremskrittspartiet vil sikkert ha mindre politisk styring, men det som for oss er sentralt, er at en har et prinsipp for føring av budsjetter og regnskaper som er slik at en får gjort det som en ser behovet for å få gjort, på en mer likeverdig likeverdig måte, altså at det blir en mer likeverdig politisk konkurranse mellom de ulike oppgavene som staten har et ansvar for. Hva er det så jeg mener med det? Jo, det er mange ganger en diskusjon i denne salen om hva en investering er, og at det er mange former for investering. Ja, det er presist. Det å utdanne folk er en investering. Men det som er systemet i utdanningssektoren, er at når en gjør vedtak om studieplasser, vil de løpende kostnader for staten i forbindelse med de studieplassene komme inn som konsekvensjustert budsjett, f.eks. det forslaget som er framlagt av regjeringa i revidert revidert nasjonalbudsjett, som er et bra forslag, om å øke antall studieplasser ved universiteter og høgskoler. Det kommer en liten kostnad nå, det kommer en større kostnad framover. Det er systemet for investering i studieplasser innenfor kontantprinsippet. Når det så gjelder bygg og anlegg, er det sjølsagt annerledes. Der er kontantprinsippet slik at investeringene kommer som en engangsutgift alt sammen kommer på en gang. Det var noe av grunnen til at da et av regjeringspartiene hadde to sentrale spørsmål som det ønsket å få løst i denne perioden, nemlig barnehager og jernbane, gikk det veldig bra på barnehagesektoren, for der var det kommunene som sto for investeringene. Det kom ikke inn under statens kontantprinsipp, mens derimot jernbaneinvesteringer kom inn under kontantprinsippet, og det var mye vanskeligere da å nå fram i den politiske konkurransen med det, når vi vet at det er en rekke velferdsoppgaver som konkurrerer svært godt og bedre i forhold til investeringer i jernbane. For øvrig vil jeg si at det som flertallet i Stortingets finanskomité uttalte i Innst. 2 S for 2010–2011 om periodiserte virksomhetsregnskaper, nemlig at «det er viktig at virksomhetsregnskapene ikke forringer de særprega som folkevalgte styringskrav krever», er svært viktig å ivareta, og det er svært viktig å ha et regnskapssystem som sikrer den politiske styringen. Det er videre klart at det å lånefinansiere statlige investeringer kan ikke ut fra Norges forhold begrunnes ut fra rasjonelle økonomiske hensyn. Det er vesentlig at vi får systemer som fører til at det tas som folkevalgte beslutninger, og at det ikke er slik at statlig økonomi flyttes ut av Stortinget og ned til den enkelte statlige virksomhet. Det var før her referert til Avinor-modellen. Det er ikke et alternativ for Senterpartiet. Hvis Avinor-modellen skulle vært gjennomført for jernbane, statlige veger, havner og statsbygg, ville det redusert den folkevalgte styringa. Det er derimot viktig at vi totalt sett diskuterer behovet for systemendringer på dette området, fordi folk flest forstår ikke at investeringer i havner, universitetsbygg, jernbane og statlige veger ikke prioriteres høyere. Det er en systemfeil når denne type investeringer, som folk flest er svært opptatt av skal realiseres, taper i konkurransen ved at det heller gis økt lønn, økte pensjoner, økte velferdsforbedringer til de økonomisk ressurssterke, mens det som går på å bygge landet, det som går på å styrke konkurranseevnen på lengre sikt, taper i konkurransen. Derfor er det et viktig spørsmål, som må ha sin politiske avklaring snarest. Det er

Det er mulig det går an å komme rundt budsjettet på den måten, men det går ikke an å komme rundt virkeligheten. Periodisert budsjett eller regnskap gir heller ikke mer styring, som bl.a. representanten Lundteigen nå var inne på. Derimot kan en periodisering gi mer informasjon. Men da er det viktig at vi er konsekvente. Fremskrittspartiet er opptatt av å aktivere investeringer i budsjettet. Hvis vi skal gjøre som i privat sektor, må vi ikke bare aktivere investeringene, men vi må også aktivere forpliktelsene som staten har. Som et minimum bør vi i hvert fall aktivere statens pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte, noe vi ikke gjør i dag. Et spørsmål som også ville dukke opp, var om en skulle aktivere framtidige forpliktelser i folketrygden. Det ville være et ganske stort beløp, og det vil nok heller ikke være riktig å gjøre det, for vi må huske at staten i prinsippet ikke kan gå konkurs, og staten har også rådigheten til å utskrive skatter når det gjelder folk og bedrifter. Det er likevel nødvendig å ha god oversikt over de forpliktelser som staten har påtatt seg gjennom velferdssystemet. For å gi et riktig bilde her kan vi ikke bare se på statsbudsjettet. statsbudsjettet. I dag beregner vi disse forpliktelsene i nasjonalbudsjettet, der vi nettopp har lagt fram nye tall. Det gjør vi gjennom det såkalte generasjonsregnskapet, som sier noe om hvor mye skattenivået må økes i framtiden for å dekke de framtidige forpliktelsene. Dette er viktige og sentrale analyser. Tallene viser at til tross for fond og oljerikdom blir det krevende å finansiere velferdsstaten i årene framover. Da er det ikke rom for store skattelettelser eller kreative budsjettløsninger der vi skyver betalingen for investeringer ut i tid. Det er å sende regninger til neste generasjon, det er ikke å være på parti med neste generasjon. Finanspolitikken påvirker den samlede etterspørselen, og statsbudsjettet er det sentrale virkemidlet i den Aktiviteten i statlige prosjekter følger i stor grad kontantstrømmer og ikke periodiserte størrelser. Jeg mener at vi tar best vare på statsbudsjettets rolle i finanspolitikken ved å knytte Stortingets vedtak til kontantstrømmer. Politikk handler om å gjøre valg. Jeg mener at det er Stortinget og regjeringen som skal forvalte det som kalles fellesskapets midler, eller skattebetalernes penger, litt etter politisk Jeg merker meg at flertallet i komiteen er enig med meg i dette. Medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at eventuelle justeringer og endringer i statens regnskapsprinsipper må gjøres på bakgrunn av en svært grundig og gjennomtenkt prosess. De hilser velkommen en faglig debatt som kan bidra til økt innsikt og interesse for problemstillingen. Det er jeg glad for. Siden 2004 har da også Stortinget hvert år fått en grundig redegjørelse i budsjettproposisjonen om arbeidet med utviklingen av regnskapene i staten. Vi gikk særlig grundig gjennom erfaringene med bruk av periodiserte regnskaper på virksomhetsnivå i 2007 og 2010. Stortinget har hvert år tatt disse vurderingene til orientering. Jeg vil holde fram med det faglige utviklingsarbeidet på regnskapsområdet i staten, og jeg vil holde Stortinget løpende orientert om det som skjer. La meg til slutt si følgende: Jeg har et visst inntrykk av at kritikken mot kontantprinsippet i hovedsak er motivert av ønsket om mer penger til bestemte formål. Men en periodisering av budsjettet eller regnskapet gir ikke mer å fordele. Når en større del av budsjettet går med til avskrivninger på investeringer vi allerede har gjort, må vi sørge for handlefrihet på andre områder for å kunne drive makroøkonomisk politikk og styring med konjunkturer. Da står vi tilbake med at dette er en diskusjon om prioritering og ikke om systemer for budsjettering og regnskapsføring. Over tid må alle utgifter betales. Det finnes ingen Hvis vi faller for den fristelsen nå, skyver vi store regninger over på framtiden, hvor belastningen allerede vil bli ganske stor. Det er det motsatte av å være på parti med framtiden. Det blir replikkordskifte.

og balanse er her særdeles viktig. Kontantprinsippet fanger ikke opp forfallet innenfor vår infrastruktur. Mener virkelig finansministeren at han kan stå og forsvare et system hvor vi har 400–500 mrd. kr i etterslep bare på veisiden? Vi har det innenfor skole, bane og innenfor mange andre offentlige bygninger. Systemet har bevist at det har slått feil, fordi det ikke er gjennomsiktig og kan ikke kontrolleres. Det vil det derimot gjøre med et periodiseringssystem. Nå er det allerede i dag slik at virksomheter – i samråd med departementet – kan velge å føre regnskapene sine i henhold til periodisering, i tråd med regnskapsregler. Det er mange statlige virksomheter som gjør det. Det er et godt styringsredskap, fordi det gir større muligheter for virksomheter til å planlegge sin virksomhet. Samtidig er det slik at når vi utformer statsbudsjettet, tar vi hensyn til de ønsker og behov som etater har, innenfor de rammer som det er forsvarlig å legge fram.

en av de fremste finanspolitikerne fra rød-grønn side, Lundteigen, som sier at vi i dag har en systemfeil, hvor det å bygge landet taper sammenliknet med mer løpende lønns- og driftsutgifter. Dette er noe vi må gjøre noe med snarest. Jeg vil gjerne spørre finansministeren om denne systemfeilen som representanten Lundteigen henviser til, om denne systemfeilen som representanten Lundteigen henviser til, er noe finansministeren er enig i, og hva han i så tilfelle vil gjøre med det. Jeg ble litt oppglødd da jeg gikk nedover til Stortinget i dag og så den store ansamlingen og tenkte at det kanskje er finansministeren de venter på, men der tok jeg altså styggelig feil. Jeg tenkte med meg selv at jeg kanskje hadde stått der jeg også, hvis det var Elvis som hadde kommet på besøk til Oslo, men nok om det. Det som jeg hørte representanten Lundteigen var innom, er for så vidt en diskusjon om prioriteringer i statsbudsjettet – om prioriteringer mellom investeringer og drift, og gråsonen mellom investeringer og drift, altså hvordan man skal bruke pengene i statsbudsjettet. statsbudsjettet. Jeg har registrert at vi, undertegnede og representanten Lundteigen, i all hovedsak er enig om de hovedveivalg som er gjort for å bygge landet – selv om vi i noen saker kan ha ulike oppfatninger. Derfor oppfatter jeg det ikke som en stor eller grunnleggende uenighet, men det er en diskusjon som vi bør ha med både partifeller og alle andre, om hvilke veivalg vi skal gjøre for å få dette landet videre fram.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

Fra nyttår til mars steg prisen på et fat nordsjøolje med rundt 15 pst. Bensinprisene har økt med nærmere 10 pst. fra februar 2011 til februar 2012. Det reelle avgiftsnivået er ikke endret i perioden. Økningen i drivstoffprisene har dermed ikke bakgrunn i avgiftsøkninger. Det er viktig for forbrukerne at konkurransen i drivstoffmarkedet er velfungerende.

drivstoffmarkedet. Et bredt flertall går imot forslaget om en nedtrappingsplan for drivstoffavgiftene. Vi viser til den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene i forbindelse med 2012-budsjettet. Avgifter som korrigerer eksterne virkninger, kan bidra til mer effektiv ressursbruk. For eksempel kan den samfunnsøkonomiske kostnaden ved miljøutslipp prises ved miljøavgifter som forurenser betaler. Markedskorrigerende avgifter bør utformes slik at de reelt gjenspeiler den faktiske samfunnskostnaden. Drivstoffavgiftene bør gjenspeile de eksterne kostnadene bilkjøring påfører samfunnet i form av veislitasje, ulykker, kø, støy, helseskader og miljøutslipp. Avgiftene er ikke høyere enn kostnadene bilkjøring påfører samfunnet. For øvrig har særavgiftsutvalget gitt grundige vurderinger av dette området.

Det gir raskt utslag i den andre enden, enten gjennom kutt i velferd eller gjennom en politikk som gjør at renten øker mer enn den ellers ville ha gjort. Et godt avgiftssystem bør bidra til bedre ressursbruk i samfunnet som helhet. På samme måte må også fordelingspolitikken ses under ett. Høsten 2010 foreslo Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett å redusere veibruksavgiftene med en krone literen. Allerede i mai 2011 fremmet de forslag om å redusere de samme avgiftene med to kroner literen samt å innføre et fleksibelt avgiftssystem der avgiftene kontinuerlig endres i motsatt retning av oljeprisen. Fremskrittspartiets nåværende finanspolitiske talsmann har tidligere vært positiv til å flytte bilavgifter fra kjøp til bruk. I dag behandler vi likevel et nytt forslag om lavere veibruksavgifter. Jeg mener det er et viktig prinsipp at skatte- og avgiftsopplegget vedtas i forbindelse med statsbudsjettet, med virkning for et helt år av gangen. med klimaforliket ble flertallet enig om moderate økninger i drivstoffavgiftene i 2009. Bilavgiftene er den viktigste blant særavgiftene. Det er ønskelig med forutsigbarhet på dette området framover, og den forutsigbarheten mener jeg er sikret gjennom den helhetlige gjennomgangen av bilavgiftene i 2012-budsjettet. Norge er et langstrakt land, og mange er avhengige av bilkjøring for å få gjort unna daglige gjøremål, som å komme seg på jobb, levere i barnehage, ta seg av eldre familiemedlemmer m.m. I næringslivet er også fraktkostnader en betydelig faktor. Den siste tiden har bensinprisene stabilisert seg på i overkant av 15 kr literen for blyfri bensin, mens en på enkelte plasser med lite konkurranse kan oppleve priser helt opp i 17 kr literen. Ofte er det sånn at på plasser med høy pris er kollektivtilbudet fraværende på grunn av liten befolkningstetthet, noe som betyr at befolkningen og næringslivet er tvunget til å bruke privatbil. I skriftlig spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen, besvart 9. februar i 2012, framgår det at en økning i oljeprisen i 2012 på 10 USD per fat, fat, 58 NOK med dagens valutakurs, vil gi en økning i statens netto kontantstrøm på i underkant av 27 mrd. kr i 2012. Til sammenligning vil en reduksjon i avgiftene på bensin og diesel på én krone bety et årlig provenytap for staten på om lag 3 mrd. kr. De høye prisene på drivstoff skyldes ikke bare høy fortjeneste hos Fortjenesten ligger på rundt 65 øre per liter bensin solgt, dvs. en margin på 4,3 pst. Dette er riktignok noe høyere enn på kontinentet. Statoil Fuel & Retail oppgir selv at de har en brutto fortjenestemargin på 37 øre per liter i Sentral- og Øst-Europa, hvor det er sterk priskrig mellom bensinstasjonene. Norges geografi med spredte bensinstasjoner kan nok være en av forklaringene. Det er altså ikke grov fortjeneste som er skyld i de høye prisene, selv om det kanskje kan et forbedringspotensial konkurransemessig. En stor andel av bensinprisene er statlige avgifter. Bensin og diesel er gjenstand for såkalt veibruksavgift på 4,69 kr per liter for svovelfri bensin, CO2-avgift på 89 øre per liter pluss merverdiavgift på 25 pst., der kronebeløpet avhenger av utsalgsprisen. Ved en bensinpris på 15 kr per liter utgjør altså avgiften 8,58 kr, eller Fremskrittspartiet mener at det nå er på sin plass å gjennomføre en nedtrapping av avgiftene på bensin og diesel. Forslagsstillerne viser til Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2012, der det ble foreslått å redusere drivstoffavgiftene med en krone per liter fra 1. januar 2012. Konkurransetilsynet publiserte i 2011 en rapport om det norske drivstoffmarkedet. Den viser at stadig flere forbrukere handler bensin på lavprisdager, og at prisnivået varierer mye fra sted til sted. Det er bra at vi handler når det er lavest pris. Undersøkelsen styrker oppfatningen av at den lokale konkurransen har mye å si for bensin- og dieselprisen. Rapporten viser at antall konkurrerende stasjoner lokalt reduserer prisnivået, selv i områder med i utgangspunktet lav pris. Knapphet på områder regulert til bensinstasjonsformål kan være en begrensende faktor for best mulig fungerende konkurranse. Forslagsstillerne mener det bør foretas en gjennomgang av bensinstasjonsbransjens rammebetingelser for godt konkurransemiljø, med sikte på å fjerne hindringer fra det offentliges side. Forslagsstillerne forutsetter at en nedtrappingsplan for avgiftene, sammen med en styrking av konkurransen i drivstoffstasjonsmarkedet, vil medføre at det vesentlige av avgiftsnedsettelsen vil komme forbrukerne til gode. I en tid med stadig større forskjell mellom prisnivået i Norge og ute i Europa vil de særnorske avgiftene gjøre situasjonen enda verre for næringslivet. Spesielt vil dette gjelde næringsvirksomhet som ligger langt fra markedet. På denne bakgrunn tar jeg opp de forslagene jeg har vist til. Representanten Kenneth Svendsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Høyre står ved det klimaforliket vi inngikk i forrige periode. Der gikk vi i motsatt retning av det Fremskrittspartiet foreslo. Vi var med på å øke bensinavgiften og

Nå pågår nye forhandlinger, og når Høyre flere ganger har gjentatt at vi står ved det forliket, betyr det bl.a. at vi vil stemme mot 6 mrd. kr i billigere bensin og diesel til forbrukerne. Det er provenytapet ved Fremskrittspartiets forslag om to kroner i redusert bensinpris. Høyre har sagt: Ja, staten tar inn for mye i skatter for mye i skatter og avgifter, både fordi satsene er høye, og fordi den veksten som har vært i norsk økonomi på en rekke områder, har ført til at skattegrunnlaget øker. Noe av det økte skattegrunnlaget må selvfølgelig staten bruke også til å betale de økte utgiftene som det medfører at folk flytter inn til Norge, at folk bor lenger i Norge, og at folk lever lenger. På toppen av det har staten en betydelig økt skatte- og avgiftsinngang som man strengt tatt ikke trenger. Man kunne brukt det på å stimulere annen aktivitet. Hvis Høyre skulle prioritert 6 mrd. kr – som vi i stor grad gjør i våre alternative statsbudsjetter, og i revidert budsjett som snart legges fram – ville vi prioritert de 6 mrd. kr til vekstfremmende tiltak. Hvis vi f. eks tar hensyn til de dynamiske effektene av å fjerne formuesskatten, tilsvarer det fjerne formuesskatten, tilsvarer det – som neste sak kommer til å handle om – f.eks. hele den arbeidende kapitaldelen av formuesskatten. Det vil Høyre derfor prioritere. 2 mrd. kr tar ca. hele arveavgiften. Minstefradrag vil vi ta, og så er det sånn at vi også vil bruke penger på veibygging, politi og helse. vi har nok av andre ting å bruke pengene på. Så er det et miljøaspekt i dette. Saksordføreren viser til prisstatistikk som sier at i relative tall bruker ikke nordmenn mer penger på bensin og diesel enn vi gjorde før. Det gjør at på grunn av de store køene inn til storbyene – Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger – og til de små- og mellomstore byene rundt omkring i Norge der det tettes til med biltrafikk, er det et poeng å stimulere til mer penger til T-bane, bybane, tog og selvsagt veier, som gjør at man slipper å stå i kø. Vi i Høyre tror ikke at 6 mrd. kr i lavere bensinpriser er veien å gå, selv om det selvsagt er populært hos veldig mange. Men det er ikke alltid de populære tiltakene er de som er de nødvendige, eller som gir best effekt. Når man skal lage politiske priser, som jeg oppfatter at Fremskrittspartiet nå ønsker å gjøre med bensinprisene – to kroner i år, kanskje noe annet neste år – er det ikke sånn at alle prisnedgangene som kommer ved en avgiftsreduksjon, vil komme forbrukerne til gode. Noe vil komme bensinstasjonseierne til gode, noe vil selvsagt komme oljeselskapene til gode. Da betyr det at de 6 mrd. kr garantert ikke alltid vil bli brukt til forbrukernes beste, hvis det er det som er motivasjonen for dette. Jeg tror at når man ser på overskuddene til oljeselskapene – nå ser vi at Statoils bensinstasjoner nettopp ble solgt ble solgt – er det ikke akkurat prisen det står på om de skal få det lønnsomt eller ei. egentlig på en fin måte tatt det andre punktet i Fremskrittspartiets forslag, nemlig å se på konkurransen i bensinstasjonsmarkedet – hvordan det faktisk får regionale konsekvenser og priskonsekvenser. Der bør man faktisk kunne gjøre en god jobb, og der føler jeg at saksordføreren har kommet Fremskrittspartiet godt i møte. Dermed har Høyre gått inn på det. Alt i alt mener jeg det er et dårlig forslag å bruke 6 mrd. kr på det når vi har så mye annet gøy å bruke pengene på. Det er

Når det så gjelder hvordan konkurransen fungerer, vil jeg bare understreke at der har saksordfører Dag Ole Teigen gjort en god jobb. Det er bra at vi ser på det, for hvordan fungerer konkurransen? Jo, konkurransen fungerer svært dårlig. Det er ingen direkte sammenheng mellom det som er kostnader, og det som er priser ute i butikkene. Det foregår i dag en stor kryssubsidiering fra distriktene med få bensinstasjoner til byer med flere bensinstasjoner, fordi konkurranseforholdene er svake i distriktene og sterke i de sentrale strøk. Sånn har det vært i over ti år, så langt jeg har engasjert meg i temaet, og fortsatt er det ikke gjort noe. Derfor er det gledelig at en enstemmig komité nå har påpekt at Konkurransetilsynet skal «prioritere å følge pris- og konkurranseutviklingen i dette markedet nøye framover». Det er en formulering som jeg håper betyr noe og gjør en atferdsendring i Konkurransetilsynets virksomhet. Bensinstasjonseierne har liten makt over prisene, så langt jeg vet. Derimot har oljeselskapene og kjedene stor makt. Jeg vil derfor oppmode finansministeren til å be Konkurransetilsynet, sjøl om det ligger utenfor Finansdepartementets virkeområde, se på sentrum-/periferiproblematikken på dette området. For Senterpartiet er det avgjørende viktig å få gjort noe med dette. Skal vi greie å opprettholde støtten allment til de høye avgiftene på området, må de som betaler de høye prisene, se at det er en større grad av rettferdighet mellom de prisene som må betales i sentrum, kontra de prisene som betales i distriktene.

det. Dermed har Fremskrittspartiet i stor grad fått gjennomslag for forslag nr. 2. Når det gjelder forslag nr. 1, om å sette ned avgiftene på drivstoff, er det vel ikke noen stor overraskelse for Fremskrittspartiet at det er litt lenger mellom støtten. Den kommer heller ikke fra Kristelig Folkeparti, hvis noen trodde det. Jeg viser også til det klimaforliket som er vedtatt her i huset, og som forutsatte at miljøet krever at vi faktisk har incitamenter som går på at man ikke skal bruke bil så mye som man ellers ville gjort. Det trekker jo i en helt annen retning enn det forslaget her representerer. La meg også si at siden innstillingen ble skrevet, har markedet virket, og prisen på bensin har vel gått ned rundt kr 1,50, så vidt jeg vet – i hvert fall ut fra de pumpeprisene jeg har sett. Så markedet virker i forhold til oljeprisen, som jo tross alt er utgangspunktet for hvilken pris vi har Så til representanten Kambe. Det var litt interessant å høre Høyre snakke om hvorfor man ikke vil sette ned avgifter – da lytter man jo litt ekstra – og så var vel summen av det hele at det var «så mye annet gøy å bruke pengene på». Nå er det faktisk slik at det er mye livskvalitet i å ha det gøy. Nå skal jo finansministeren, etter herfra og etter Kristelig Folkepartis initiativ, komme med parametre for livskvalitet, så her er det egentlig et fint oppspill til hvordan vi kan få fram dette til kommende statsbudsjett. Til slutt vil jeg bare peke på et element man må ha med seg når man eventuelt vil gå inn for å nedjustere avgiftene: Hva er det som har gjort at vi har fått mer gjerrige biler når det gjelder drivstoff? Det tror jeg nettopp er at vi har avgifter som har bidratt til at fremveksten av mer drivstoffgjerrige alternativ for bilparken har kommet etter hvert. Dermed er det ikke slik at man nødvendigvis bruker så mye mer penger på drivstoff enn man gjorde tidligere, da man hadde bensinslukere av rang. Så forslag nr. 2 har man jo delvis fått gjennomslag for. Vi kan ikke støtte forslag nr. 1. Presidenten har ikke funnet å ville gripe inn mot bruken av ordet «gøy», men vil bemerke at sammenhengen mellom pengebruk og gøy kanskje er noe finansministeren vil reservere seg mot. Det vil vi få høre mer om. Det kommer jo litt an på hva en bruker pengene på. Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal inkludere råning i livskvalitetsindeksen, som vi nå jobber med, men Jeg er ikke helt sikker på om jeg skal inkludere råning i livskvalitetsindeksen, som vi nå jobber med, men det kunne jo være fristende, litt i lys av den debatten vi har nå. Det som er viktig – dette er jo også en slags gjenganger, ønsket om å sette ned drivstoffavgiften og lage en plan for det nå. Det som er viktig – dette er jo også en slags gjenganger, ønsket om å sette ned drivstoffavgiften og lage en plan for det – og som flere har vært inne på her, er at det har jo ikke skjedd noen endringer i det reelle avgiftsnivået siden 2001. Da ble avgiften satt ned. Så var det en avgiftsøkning i forbindelse med klimaforliket, som representanten Kambe var inne på, i 2008, der en økte avgiften på bensinen med 5 øre, og autodiesel med 30 Så er det også viktig å minne om at vi i inneværende års statsbudsjett har varslet en omlegging til en mer generell veibruksavgift, der alt drivstoff skal ilegges veibruksavgift etter energiinnholdet innen 2020, og at vi i 2015 skal evaluere unntakene fra veibruksavgiften. Med andre ord: Vi har en plan som det er oppslutning om i Stortinget – hvordan vi skal prøve å å utforme forutsigbare framtidige bil- og veiavgifter. Så vil jeg også understreke det som representanten Syversen var inne på, at det er jo all right og derfor et lite tankekors i denne debatten at her vil et liberalistisk parti som Fremskrittspartiet inn og regulere markedsmekanismen. Det er jo interessant i seg selv. Som representanten Syversen pekte på, har jo markedsmekanismen nå slått inn ved at det har skjedd endringer nedover i drivstoffprisene, som følge av en lavere pris på råolje – det som drev prisene opp fra april i fjor til april i år. Det er viktig å la markedsøkonomien fungere også på noen områder, og det ser ut som det fungerer her. Så litt om det som dreier seg om konkurransesituasjonen i markedet for drivstoff. Forslagsstillerne foreslår at regjeringen skal vurdere konkurransesituasjonen og komme med forslag til forbedrende tiltak. Konkurransemyndighetene har i lang tid ført drivstoffmarkedet. Det skyldes at drivstoff er en viktig vare for husholdninger og næringsliv. De vil også følge markedet nøye framover. I 2010 gjennomførte

Videre er antall kjeder viktig for det prismønsteret som blir observert. Ubetjente stasjoner spiller også en positiv rolle for priskonkurransen. Det er derfor viktig at det er lokal konkurranse for å få reell konkurranse i dette markedet. Konkurransetilsynet er i ferd med å starte opp et nytt prosjekt der konkurransen i drivstoffmarkedet skal analyseres. Det skal være en oppfølging av rapporten fra 2010, og formålet med prosjektet er bl.a. å se nærmere på marginene på drivstoff i det norske markedet og undersøke konkurransen lokalt. Det er et viktig arbeid. Vi har, fra regjeringens side, tillit til at Konkurransetilsynet gjennomfører de tiltak som er nødvendige for å overvåke markedet. Utover den jobben som Konkurransetilsynet nå skal ha sagt de vil gjøre, føler jeg ikke behov for komme med ytterligere tiltak for dette, men vi vil selvsagt følge nøye med. Vi vil også følge nøye med i det arbeidet som Konkurransetilsynet nå skal gjennomføre. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og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

gøy å være saksordfører for en sak på Stortinget, men denne gangen har det vært en kjempekjekk opplevelse, for finanskomiteen har faktisk klart å få enstemmighet for et representantforslag. Der vil jeg gi ros til forslagsstillerne, og jeg vil gi ros til jeg gi ros til forslagsstillerne, og jeg vil gi ros til finansministeren, som denne gangen har gitt de rød-grønne lov til å stemme for saksordførermerknadene, og også til de rød-grønne politikerne på Stortinget. Dette er en sak som har skapt mye usikkerhet, alt fra kretser i bondemiljøet, som setter opp driftsbygninger til utleievirksomhet på fast eiendom, til måter å ha et AS på når det gjelder momsplikt, og det å slippe moms. Det har ført til mange henvendelser til finanskomiteen – og helt sikkert også til Finansdepartementet – at ulike skattekontorer har ulik praksis. Det har forslagsstillerne på en forbilledlig måte framført med fire gode forslag. Som saksordfører har jeg prøvd å sy dette sammen på en god måte. Høyre gikk tidlig inn og støttet disse forslagene. Høyre har også fremmet et tilsvarende forslag om dette, som nok også kommer til behandling etter hvert. Jeg opplever at komiteen har et godt samarbeid. Poenget er at det er viktig for finanskomiteen at skatte- og avgiftsnivået oppleves både som rimelig og som rettferdig samt at regelverket skal være så enkelt og oversiktlig som mulig, og enklere enn i dag. I dag er det enkleste tiltaket for alle parter åpenbart at man innfører en generell merverdiavgiftsplikt for utleie av fast eiendom. Den plikten er altså en plikt etterspurt av Fremskrittspartiet støttet av Høyre. Som flere har vært inne på: Det er ikke alle skatte- og avgiftslettelser som Høyre og Fremskrittspartiet automatisk er tilhenger av, men poenget med dette er at man får et klarere regelverk og selvfølgelig også at når du betaler moms på den ene siden, får du fradrag for moms på den andre siden. Det er gjerne fradragssiden som har ført til rettssaker og store konsekvenser for dem som ikke har fylt ut skjemaene på riktig måte. Komiteen mener at dagens regelverk berettiget oppfattes som uoversiktlig, unødvendig komplisert og med regelverk berettiget oppfattes som uoversiktlig, unødvendig komplisert og med negative økonomiske konsekvenser ved feil bruk av skjema. Finansministeren har i et rimelig bra, omfattende og konkret brev til komiteen svart at han tar dette på alvor, og at han tar sikte på å komme tilbake igjen til Stortinget med de regelendringene som Stortinget faktisk etterspør ikke bare i representantforslaget, men også i merknadene. Stortinget faktisk etterspør ikke bare i representantforslaget, men også i merknadene. Det er ikke så ofte man opplever at regjeringen synes det som kommer fra Stortinget, er fornuftig. Det er imponerende, synes jeg, at også representantene fra Fremskrittspartiet er med på vedtaket og venter med forslaget sitt. Det er et bra samarbeid man har fått til, som jeg som saksordfører synes burde skjedd oftere i flere komiteer på Stortinget, og at regjeringen har et søkende samarbeid med Stortinget – ikke bare avvisende. Dermed er det greit. Jeg håper det er en ny innstilling fra finansministeren, at når det kommer gode forslag – objektivt gode, som det er veldig mange av, ofte er det bedre forslag fra Stortinget enn fra regjeringen – så synes jeg det hadde vært greit å få et bedre samarbeid i de fleste komiteene, når regjeringen opplever

regjeringen – så synes jeg det hadde vært greit å få et bedre samarbeid i de fleste komiteene, når regjeringen opplever konstruktive forslag fra Stortinget. Jeg forsto det slik at presidenten ikke likte at vi brukte ordet «gøy», men det må gå an å være i godt humør. Jeg må si at jeg ble i bedre og bedre humør da jeg først begynte å lese brevet fra finansministeren, så fulgte det som skjedde i komiteen, og det arbeidet som saksordføreren har gjort. Så jeg ble i kjempegodt fra Fremskrittspartiet. Jeg ønsker at statsråden imøtekommer flere av våre utmerkete forslag på samme måte. Skatte- og avgiftssystemet skal gi staten inntekter for å drifte viktige fellesoppgaver. Det er viktig at skatte- og avgiftsnivået oppleves som rimelig og rettferdig. Regelverket bør være så enkelt og oversiktlig som mulig, og skattebetalerne bør ikke få urimelig straff av utilsiktede feil. Reglene om frivillig registrering for utleie av oppførte bygg i Merverdiavgiftsregisteret skaper i mange tilfeller problemer og unødige avgiftskostnader for næringsdrivende. Problemet er i hovedsak at reglene er strenge, uten at forslagsstillerne finner at dette er godt begrunnet. De økonomiske konsekvensene av å trå feil kan være store. Forslagsstillerne ønsker å rette dette opp. Forslagsstillerne mener også det burde burde vurderes å innføre generell merverdiavgiftsplikt for utleie av fast eiendom til avgiftspliktig virksomhet. Med avgiftspliktig virksomhet menes bedrifter i Merverdiavgiftsregisteret. Det vil altså ikke bli merverdiavgift på utleie av boliger. Hensikten i merverdiavgiftsloven er at omsetningen av varer og tjenester til forbruker skal avgiftsbelegges, vanligvis med 25 pst. Man har en del unntak i loven som lister opp varer og tjenester som likevel ikke skal Dette gjelder bl.a. omsetning og utleie av fast eiendom. Slik omsetning er i utgangspunktet definert til å være unntatt fra loven. En utfordring oppstår når en næringsdrivende som investerer i bygg til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet, får fradrag for merverdiavgiften som betales, mens man ikke får fradrag hvis man investerer i et bygg for utleie eller salg. Det betyr i utgangspunktet at det for en kjøper/leietaker som driver avgiftspliktig virksomhet, vil være ulønnsomt å kjøpe eller leie et bygg som andre har satt opp. Dette er fordi investeringen, leiegrunnlaget, da også vil inkludere merverdiavgiften, som man ikke får fradragsføre. Dersom man hadde satt opp huset selv, ville man ha fått fradrag. For delvis å bøte på dette har lovgiver laget to spesialregler i loven. Den ene gir muligheten til frivillig å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret som utleier av bygg, slik at utleier av bygg blir merverdiavgiftspliktig for utleier. Utleier vil da kunne kreve avgiften relatert til byggekostnader og vedlikehold refundert. I tillegg har lovgiver innført de såkalte justeringsreglene. Det innebærer bl.a. at en avgiftspliktig som har investert i et bygg til bruk i egen avgiftspliktig virksomhet og derfor fått refundert avgiften på dette bygget, kan selge bygget til en annen som skal drive med avgiftspliktig virksomhet i bygget uten å måtte betale merverdiavgiften tilbake til staten. Dette forutsetter at kjøper overtar forpliktelsen selger hadde til å betale denne delen av avgiften dersom bygget eller deler av dette blir benyttet utenfor avgiftspliktig virksomhet innen ti år fra byggingen eller påkostningen ble foretatt. Forpliktelsen trappes ned med en tidel hvert år fra byggingen ble foretatt. Det var derfor med stor glede at komiteen mottok brev fra finansministeren, hvor han skriver følgende: «Jeg er derfor enig i forslagsstillernes prinsipale forslag om at det bør vurderes generell merverdiavgiftsplikt ved utleie av fast eiendom til merverdiavgiftspliktig virksomhet. Etter min oppfatning bør imidlertid utredningen være bredere og undersøke om reglene kan forbedres for flere virksomheter som driver næring med utgangspunkt i fast eiendom.» Det er også gledelig at en samlet komité er enig med forslagsstillerne, og at finansministeren kommer tilbake med et forslag til endringer basert på høringen og samtaler med aktører i markedet. Det er

Men det å utstede en slags blankofullmakt for framtiden er jeg litt forsiktig med, og etter sigende skal en av mine forgjengere ha sagt ved en anledning at jeg lover ingenting, men det skal jeg holde. Men her er det tilslutning til det som ligger i forslaget. Det synes jeg er bra – som flere har vært inne på. Jeg komme med et par kommentarer vedrørende selve framdriften i arbeidet. Det er viktig som det også blir påpekt i innstillingen, at en nå gjør en utredning i samråd med næringen. Skattedirektoratet vil ha en sentral rolle i dette, og de vil i en rapport som departementet senere skal få, ha møter med næringen, slik at en får et best mulig beslutningsgrunnlag en får et best mulig beslutningsgrunnlag og får gode innspill til det høringsnotatet som departementet kommer til å lage i saken. Videre er det slik at når det gjelder neste runde i Stortinget, tar jeg sikte på at en skal kunne legge fram lovendringer i forbindelse med budsjettet for 2014, en må bruke noe tid på høring og forberedelse, men da vil dette eventuelt bli lagt på bordet høsten 2013 i forbindelse med 2014-budsjettet. Så er det også innspill fra forslagsstillerne vedrørende hva slags opplysninger i merverdiregistreringen som bør legges ut på nettsiden til Det skal jeg også ta med meg i det videre arbeidet. Noe av poenget er å gjøre dette enklere, samtidig som en også skal ivareta kontrollhensyn. Men jeg tar sikte på – så raskt og så godt som mulig – å følge opp det forslaget som Stortinget nå behandler. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 9 og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

og mindretallet redegjør vel for sine synspunkter i saken. De er noe delt, som vi kan se av innstillingen. Det er fire grunner til at i hvert fall regjeringspartiene slår ring rundt det å kunne skrive ut formuesskatt og å ha det som etablert ordning. Det første jeg har lyst til å peke på, særlig med tanke på forslagsstillernes politiske bakgrunn og peke på, særlig med tanke på forslagsstillernes politiske bakgrunn og den vilje det er til faktisk å bruke penger, er: Det er slik at dette er en viktig del av hvordan vi finansierer vår velferd. Det å kunne ta inn skatter her, men også på andre områder, er jo basalt når det gjelder det å finansiere velferden. Jeg tilhører dem som ikke får regnestykket til Fremskrittspartiet til å gå i hop

mener at mye av den finansieringen som skjer, bl.a. takket være at vi tar inn formuesskatt, igjen bidrar til å gjøre det lettere å drive næringsvirksomhet, men er også en viktig forutsetning for at samfunnets rent velferdsmessige oppgaver faktisk blir utført. Så denne framstillingen om at det å fjerne formuesskatten er et argument nærmest – isolert sett – for å gjøre det lettere for næringslivet, er ikke noe jeg umiddelbart kjøper. Det andre argumentet, som er viktig for de rød-grønne partiene, er at skattesystemets mulighet til å fordele mer rettferdig er en basal utfordring for Norge – for å få inn penger, selvfølgelig, men også for å

Formuesbeskatningen er i så måte et særdeles viktig instrument for å kunne fortsette en linje der de som har mest, skal betale mest. Det bidrar også til – som er det tredje argumentet – en tillit og en legitimitet knyttet til skattesystemet, og for så vidt også til hvordan vi offentlig styrer, ved at man opplever at man faktisk skal betale etter evne. Så vil jeg også vise til at ingen skatter er fullt ut – hundre prosent – rettferdige. Det viser jo mange skattepolitiske debatter. Det er ikke slik at regjeringa og de rød-grønne partiene, nærmest katolsk, har valgt å frede formuesskatten og si at slik skal det være for alltid. De grep som er gjort med formuesbeskatningen de siste årene fra regjeringas side, har jo vist at man nettopp har tatt grep for å gjøre den mer rettferdig og for å unngå utslag av formuesbeskatningen som ville kunne ramme bl.a. dem som har minst, på en tøff måte. Det å heve bunnfradraget så betydelig som vi har gjort, der en betydelig andel av oss i Norge har kommet unna det å betale formuesskatt, en halvert personkrets, er et godt eksempel på at man justerer ordninger for å få dem mer rettferdige. Jeg kunne også nevnt hvordan man verdsetter.

én grunn, én grunn, til hvorfor man ønsker å videreføre og opprettholde formuesskatten på arbeidende kapital – som det eneste landet i OECD. Jeg var jo nettopp inne på arbeidende kapital i slutten av mitt innlegg, jeg kan gjerne gjenta det. Det er altså bl.a. ut fra at vi mener det er en uhensiktsmessig måte å dele inn dette på. Det er også sånn at fundamentet for hele formuesbeskatningen vil bli svekket. De pengene man får inn også som formuesskatt på arbeidende kapital, er like verdifulle kroner som dem man ville få inn på andre objekter. Hvis man mener og tror at det norske skattesystemet, og dermed formuesbeskatningen, er såpass uheldig for norsk næringsliv, bør man lese Aftenposten fra forrige fredag en gang til, hvor man altså over to hele sider beskriver den gode veksten man har i privat sektor, hvor man altså har firedoblet veksten og økt betydelig antallet arbeidsplasser i mange næringsgrener, noe som nettopp viser at det er gode vilkår i Norge.

Vi har ikke eierskap, og vi har svært få bedrifter som eies lokalt. Mitt spørsmål er: Synes saksordføreren at det er fornuftig at Distrikts-Norge tappes for mulig risikokapital gjennom en skatt som beskatter norske arbeidsplasser eid av nordmenn som er bosatt i Norge?

har, både i næringspolitikken og også i velferdspolitikken og fordelingspolitikken. Hvis det – gjennom tydelige grep – å skåne over 600 000 nordmenn som har lavere inntekt og lavere formue enn de øvrige, for å betale formuesskatt i seg sjøl skulle være et angrep på privat eierskap, sier det mer om Høyres politikk enn om regjeringas politikk, etter min mening. Det er et viktig fordelingsgrep som er tatt, og som jeg forsvarer fullt ut.

kapital. Jeg er klar over at opposisjonen ikke gjør det store inntrykket på representanten Storberget eller på den rød-grønne alliansen, men LO-leder Roar Flåthen sa sist høst at man måtte se på formuesbeskatningen når det gjelder den arbeidende kapital, fordi det kunne være grunn til å tro at den nå truet norsk industriutvikling og norske arbeidsplasser. Med LO-lederens kjennskap til norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, mener representanten Storberget at det er tatt helt ut av løse luften? Aller først: Det er helt åpenbart at det ikke blir servert ukjente toner i denne debatten. Den har vært oppe mange ganger, og det er en av de debattene hvor det kanskje er klarest fronter og klarest argumenter. Vi får respektere hverandre for forskjellene, men jeg er ikke av den oppfatning at formuesbeskatningen på arbeidende kapital i dag er det store og vesentlige hinderet for utviklingen av norsk industri og norsk næringsliv. Jeg mener at de tallene jeg refererte i stad, er et veldig godt bevis på det. I løpet av det siste året, hvor hele Europa har stått i krise, har Norge altså etablert 48 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Det er en firedobling. Måler man ut fra siste

Nå har vi lært det til neste gang – at vi lar det gå lengre tid mellom forslagene vi fremmer. Jeg synes dette er urimelig, når hele begrunnelsen for å sette frem to forslag er å luke ut de forskjellene som er i stortingssalen blant de ulike partiene når det gjelder arbeidende kapital. Ikke minst representanten Lundteigen har ved flere anledninger sagt at han er imot formuesskatt på arbeidende kapital, og man la merke til at saksordfører Storberget brukte all sin tid på å snakke om fire prinsipper som kun gjelder formuesskatten i sin helhet.

norsk næringsliv tok i 2008 initiativet til å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Enigheten på næringslivshold om at det er nødvendig å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, har ført til etableringen av Alliansen for norsk privat eierskap. Alliansen består av Bedriftsforbundet, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, Norges Rederiforbund, Norskog og Næringslivets Hovedorganisasjon – så det gjelder noen. Flertallet sier i en merknad at når det gjelder begrepet «arbeidende kapital», er det betydelige avgrensingsproblemer. Saksordføreren sa at det nesten var umulig å finne ut av det. Slik skriver man når man ikke har ambisjoner om å finne en løsning. Alliansen, som jeg nevnte tidligere, har nemlig utarbeidet et konkret opplegg for avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital og definert arbeidende kapital som eiendeler som arbeider i virksomheten, som driftsmidler, varebeholdning, kundefordringer, driftslikviditet. Overskuddslikviditet mv. og eiendeler som ivaretar eiernes private behov, f.eks. bolig, skal ikke være inkludert. Det var én måte å definere det på. Sverige innførte fritak for arbeidende kapital i 1991. Dette systemet sto uforandret, uavhengig av vekslende regjeringer i Sverige, inntil formuesskatten ble avviklet i sin helhet 1. januar 2007. Etter at Sverige har fjernet formuesskatten, er det i OECD kun Frankrike, Spania og Sveits, ved siden av Norge, som fortsatt har formuesskatt. Ingen andre land har en formuesskatt som slår inn på så lavt nivå og har så lite skjerming for næringskapital som Norge. Stadig flere land har de senere år kommet til at formuesskatt er en skatteform med uheldige virkninger, og har derfor fjernet den. Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital vil øke lønnsomheten ved investering i næringsvirksomhet på arbeidsplasser sammenliknet med private eiendomsinvesteringer. Fritak for arbeidende kapital bør gjelde uansett hvordan virksomheten er organisert. Alliansen for norsk privat eierskap har som nevnt utarbeidet et omfattende forslag til hvordan man kan definere arbeidende kapital, og de har tatt utgangspunkt i den svenske modellen.

og personlig sparing, som ikke er en del av næringsvirksomheten, skal regnes som skattbar formue. Igjen en måte å gjøre det på. Så det er mulig å få det til. Det er viljen det skorter på – og selvfølgelig prinsippet om at man later som at man får såkalt rettferdig fordeling. Når man har et statsbudsjett på 1 006 mrd. kr og går med noen hundre milliarder kroner i overskudd, er det klart at de 6 mrd. kr jo er helt avgjørende for den velferden vi har i dette landet. Så til slutt noen ord om formuesskatten i sin helhet. Formuesskatten er egentlig en skatt på sparing. Det er skatt representanten Lundteigen at jeg skulle bruke ham og meg som et eksempel. Jeg kaller representanten Lundteigen og meg med fornavn – Per Olaf og Christian. Begge tjener ca. 750 000 kr. Per Olaf lever nøkternt og sparer store deler av sin inntekt, mens Christian lever livets glade dager og bruker opp hele sin inntekt hvert eneste år. Etter noen år med sparsommelighet har Per Olaf så stor bankkonto at staten mener at han har spart for mye og vil ha noen av pengene. Christian derimot lever glade dager med forbruk, og har ingen sparte penger å skatte Rettferdig? Neppe. Så et avsluttende paradoks. Regjeringen er svært opptatt av å spare til fremtidige, kommende generasjoner. Men det er bare i offentlig regi. For hvis private folk ønsker å spare til kommende generasjoner – altså til familiens kommende generasjoner – nei, da skal staten komme og ta det. Det er bare staten som skal spare for fremtiden, og ikke hver enkelt familie. Presidenten antar at representanten Christian Tybring-Gjedde hadde til hensikt å ta opp

Framstegspartiet seier også at dei ønskjer å satsa veldig på samferdsel, og spesielt på veg. Så ønskjer dei å regjera med Høgre, som igjen seier at dei vil halda fram med å bruka handlingsregelen. Dersom, i eit hypotetisk tilfelle, Framstegspartiet skulle bli nøydt til å prioritera mellom å bruka 13 mrd. kr meir på samferdsel og å bruka det same på å fjerna formuesskatten,
hva man skal prioritere. Men jeg er overbevist om at Høyre og Fremskrittspartiet i en regjering vil komme frem til langt bedre løsninger for landet enn det dagens regjering gjør. Det er ikke noen tvil om at infrastruktur vil bli prioritert. Infrastruktur er investering for fremtiden, som gjør at næringslivet kan konkurrere, og som gjør at det blir lettere å selge våre varer til utlandet og dermed skaffe flere skatteinntekter til det offentlige. Akkurat det samme gjelder formuesskatten. Vi vil i hvert fall fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Så vil vi få flere næringslivsaktiviteter i Norge. Flere vil gå med overskudd – mer bedriftsbeskatning. Flere varer ville selges til utlandet – mer aktivitet i økonomien. Derfor vil Høyre og Fremskrittspartiet styre landet på en langt bedre måte enn de

fronter. Saken ser ut til å ha låst seg ganske kraftig. Det sukkes litt i finanskomiteen når det kommer nye forslag om formuesskatt, så iallfall det er klart. Det argumenteres fra de rød-grønnes side, og i og for seg av saksordføreren, for at fellesskapet må finansieres. Formuesskatten er en særdeles skadelig måte å finansiere det på. Det argumenteres med fordelingsvirkninger som er meget uklare. Hvis man går inn i materialet og vil se, vil man se at fordelingsvirkningene ikke er særlig gode. Dette er en særnorsk skatt på norske arbeidsplasser, eid av nordmenn som er bosatt i Norge. Man kan forstå den, den som vil. Torger Reve var på landsmøtet i Høyre. Han sa at det ikke lenger var debatt i akademiske miljøer om hvor skadelig formuesskatten sånn sett var. Han la vekt på at aktive eiere, mangfoldig privat eierskap, var en særdeles viktig del av det å utvikle framtidsrettede næringsklynger i Norge. Staten kan ikke ta alle roller, og den kan i særdeleshet ikke ta mangfoldets rolle, f.eks. å finansiere alle mulige nye ideer der ute – noen av dem kan komme til å bli framtidige bein vi skal stå på når det gjelder velferdssamfunnet. Dette er formuesskatten ganske effektiv i å angripe. Jeg registrerer at rød-grønne representanter går rundt og gråter når bedrifter i Norge selges ut av landet. De gråter når lokalmiljøer rammes av at private eiere ikke stiller opp når bedrifter går dårlig, og de gråter når gründere må selge sine ideer til utlandet. Da etterlyser man tålmodig privat eierskap – man skulle hatt mer tålmodig privat eierskap. jeg sett en rekke ganger. Men hvordan skal man kunne være tålmodig når man får en skatt på opptil 1,1 pst. av verdier som ikke gir avkastning? Da blir man ikke særlig tålmodig. Hvis det er noen som er villig til å kjøpe det, så selger man fortere enn man klarer å skrive under kontrakten. Det er måten vi driver eierskapet ut av landet på. Og hvis man følger det Torger Reve sa, er det en uhyre skadelig skatt med tanke på framtidige, sterke næringsklynger. Jeg kan ta et eksempel om en gründer som har en riktig god idé, som blir verdsatt høyt, og som mange har lyst til å være med på. Da vil den gründeren etter hvert måtte skatte av verdier som ikke gir avkastning, for de fleste vil gå inn og bruke overskuddet som man eventuelt genererer, til å utvikle bedriften videre. videre. Hvis han har vært så uheldig og tatt med seg utenlandske eiere, som ikke vil ta ut utbytte, men som heller vil bruke det på å utvikle bedriften, må gründeren etter hvert selge seg ut og la utlendingene overta, eller la andre eiere overta. Det kan jeg ikke se fornuften i. Vi har i og for seg et ganske godt eksempel fra utlandet. Apple er et rimelig godt kjent selskap, det bør det også være i Stortinget. Steve Jobs betalte ikke ut én dollar i betalte ikke ut én dollar i utbytte så lenge han satt som eier og som administrerende direktør i Apple. Det gikk så langt at de opparbeidet en kontantbeholdning på 100 milliarder dollar, og verdien på selskapet var 500 milliarder dollar – og det gikk over en 20-årsperiode, eller noe sånt. Nordmenn kunne ikke ha skapt denne ideen – for samme hvor mye vi ville ha drømt om det, så ville en nordmann ikke hatt råd til å gjøre det samme. Det kan man forstå hvis man vil – jeg forstår det ikke. Med dette tar jeg opp de forslagene som Høyre er med på i innstillingene. Representanten Gunnar Gundersen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir åpnet for

Høyres bidragsytere kan spare millioner i skatt – og flere vil til og med kunne ha null i skatt – dersom Høyre får avviklet formuesskatten. Mer enn halvparten av formuesskatten betales av 2,5 pst. av landets rikeste mennesker. mennesker. Da blir spørsmålet mitt: Hvorfor er Høyres viktigste prioritering å gi milliarder av kroner i skattelettelse til landets rikeste – er det det som er «gøy» å bruke penger på? Det har jeg nettopp forsøkt å forklare, for vi ønsker et sterkt, mangfoldig, privat eierskap i Norge. Men vi er veldig opptatt av at alle skal velferdssamfunnet. Det har vi klare formuleringer på, og det skal vi nok klare å finne løsninger på. Vi erkjenner at nullskatteyterproblematikken er der, men vi vet også at formuesskatten er en svært skadelig måte å løse denne utfordringen på. Nå kjenner jeg også tilfeldigvis til giverne som står bak – i hvert fall en del – og det er rett og slett et bredt folkelig engasjement for å styrke Høyre.

Jo, fordi vi nemlig innførte denne skatten som nå debatteres. Vi innførte den, og hovedmotivet var en aktiv fordelingspolitikk – en utjevning av forskjeller. Går man inn i kjernen av debatten om dette, er det nemlig et politisk valg: Er det det som er, som skal prioriteres, er det det som vektlegges i politikken – fordeling og utjevning av forskjeller i samfunnet – eller er det det som representantene fra Høyre og Fremskrittspartiet har argumentert for, nemlig næringslivets behov for skattelette og for å betale mindre i skatt? Det er kjernen i hele denne debatten. Jeg er veldig glad for og stolt over at den rød-grønne regjeringen har klart å bidra til å innføre et skattesystem som gjør at de som har mest, de som har størst evne til å betale skatt i dette landet, nemlig de med størst formue og høyest inntekt, nå betaler skatt – ikke slik det var tidligere, nemlig at svært mange av dem framsto som nullskatteytere. Så det er helt klart et politisk valg, en politisk prioritering som ligger til grunn for denne skatten, og det er ingen grunn til å avvikle den, men jeg registrerer at her er frontene veldig tydelige. Får vi et nytt flertall på Stortinget, vil denne skatten gradvis bli fjernet, og vi går tilbake til de tilstandene vi hadde under den forrige borgerlige regjeringen, hvor vi hadde økte forskjeller, og hvor vi hadde nullskatteytere blant dem med størst skatteevne. Sånn vil vi ikke ha det. Derfor går vi imot å avvikle denne skatten. Jeg vil helt avslutningsvis bare understreke at det er skapt et inntrykk av at det går dårlig for norsk næringsliv, at vi har store problemer, at vi har store utfordringer. Dette er ikke realiteten. Det skapes flere arbeidsplasser nå enn noen gang tidligere. Vi har den laveste arbeidsledigheten i Europa. Norge er et land hvor det går svært godt. Derfor er de utfordringene som det er vist til, som deler av næringslivet har, og som alle er enige om, ikke begrunnet. De har ikke sin årsak i formuesskatten. De har sin årsak i den internasjonale krisen og mangelen på etterspørsel etter varer og tjenester fra deler av industrien. Det er vi enig i. Men det finnes helt andre måter – og langt andre måter – å løse disse problemene, disse utfordringene, på enn å avvikle formuesskatten. Derfor er min konklusjon helt klar: Det ligger et politisk valg til grunn. Det ligger en politisk prioritering til grunn, nemlig dette med å utjevne forskjeller, dette med at de som har størst evne til å betale skatt, også skal være med og bidra.

inntekter fra formuesskatten gjennom en omfordeling av formuesskatten, gjennom endring i verdsettingsgrunnlaget og en kraftig økning i bunnfradraget. Nå er bunnfradraget per skattyter 750 000 kr. For to skattytere vil det si 1,5 mill. kr. En må eksempelvis ha en betydelig boligformue for å komme opp i et sånt beløp. Det Det er en endring som har gledet de mange. Samtidig er dagens formuesskatteregler slik at de likevel skaper undring hos en del. Det er svært mange med høy skattbar inntekt over mange år som ikke har formue. Den vanligste måten å komme i en slik posisjon på er å investere i boliger og hytter i boliger og hytter – boliger og hytter, ikke bolig og hytte. Verdsettingsreglene har, i ly av den norske modellen, hvor det var viktig å legge til rette for at den enkelte skulle ha mulighet til å eie sin egen bolig, blitt utnyttet, misbrukt, på en slik måte at det nå er en altfor gunstig verdsetting av investeringer i boliger og hytter. Det er opplagt et område som en bør se på, for å få bedre samsvar mellom det som var intensjonen, og det som er realitet i dag. Når det så gjelder formuesskattens formål, har jeg sagt mange ganger fra denne talerstolen og vil gjenta: Formuesskattens formål var en ekstra skatt på arbeidsfrie inntekter utover en viss størrelse. Det Formuesskattens formål var en ekstra skatt på arbeidsfrie inntekter utover en viss størrelse. Det var det komplementære evneprinsippet til den progressive inntektsskatten. Alle er enige om at inntektsskatt er den mest rettferdige skatten. Det gis her inntrykk av at alle partier er for progressiv inntektsskatt. Men det er de jo ikke når det kommer til stykket, når f.eks. de rød-grønne ønsker å skjerpe progressiviteten når det gjelder dem som har store inntekter. Når det gjelder innholdet i formuesskatten knyttet til begrepet «arbeidende kapital», er det rett at det er avgrensningsproblemer. Men avgrensningsproblemene er, etter Senterpartiets vurdering, løsbare. Sjølsagt er de løsbare, men det er klart at enhver avgrensning har sine utfordringer. Det som er diskusjonen her, er at spesielt partiet Høyre har veldig interesse av å angripe formuesskatten. De internasjonale høyrepartiene er klare på alternativet til formuesskatten. Det er eiendomsskatt, en eiendomsskatt som er er eiendomsskatt, en eiendomsskatt som er uavhengig av inntekt og uavhengig av gjeld. Den er bare styrt av markedsverdiene på formuesskatteobjektet. Som saksordfører for boligtakseringsspørsmålet i 1996 erfarte jeg at er det noe den norske befolkningen er skeptisk til – for å si det diplomatisk – er det innføring av eiendomsskatter basert på markedsverdier. er i hvert fall det en kan foreslå, og da vil en sette store grupper i harnisk. Konflikten i spørsmålet om formuesskatt går på forholdet til finanskapitalen, i sin grunnleggende enhet. Finanskapitalen vil ha vekk formuesskatten Finansnæringens Hovedorganisasjon sier det ganske tydelig. NHOs ledelse har også sagt det. Jeg blir ikke overrasket over at Torger Reve sier at det ikke er debatt i akademiske miljøer om formuesskatt. Men de akademiske miljøene er i hvert fall ærlige og sier at deres alternativ er eiendomsskatt. Det er mer enn høyrepartiene tør å si. Det er viktig nå å få en diskusjon om innholdet i formuesskatten. Regjeringa har gjort en god jobb. Betydelige ting kan også gjøres videre. Prinsippet er: Du skal ikke pålegge formuesskatt på inntekter som det ikke er dekning for. Det blir adgang til replikkordskifte. Vi har gjennom hele debatten hørt at det er

men i dag kommer Senterpartiet til å stemme imot å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Så mitt spørsmål er: Hvor blir det av det flertallet som Senterpartiet flyr land og strand rundt og snakker om finnes på Stortinget, og som er for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital? Senterpartiet har et klart standpunkt når det gjelder formuesskatt. Vårt standpunkt er at det ikke er riktig å ha formuesskatt på arbeidende kapital, eksempelvis i betydningen driftsmidler. Det som er problemet, slik arbeidende kapital er definert i innstillingen av den grupperingen vi her har referert til flere ganger, er at der inngår eksempelvis også driftskapital og aksjer. Hvis en legger den definisjonen av arbeidende kapital til grunn, vil det være å underminere hele poenget med formuesskatten i løpet av få år, og det er også noe som opposisjonen har erkjent. Jeg velger å referere til en blogger i denne replikken, nemlig Silje Vallestad, som har startet opp Bipper, et norsk teknologiselskap. Hun skriver under overskriften «Hjelp – jeg er

Utbytte tas ikke ut, for et selskap som Bipper eksisterer ikke det. Alt som kommer inn, investeres i videre drift og vekst. Bipper har fortsatt røde tall, det er helt normalt for et selskap som hennes. Men formue har hun visstnok, hundrevis av tusen skal hun betale i formuesskatt. Hun har flere muligheter: Ta opp privatlån med pant i bolig – men det går jo ikke, det koster penger. Ta ut utbytte – men hun har jo ikke overskudd. Hvor skal hun ta utbytte fra? som gründer i en bedrift som allerede har solgt seg ned? Hva slags alternativ ville Per Olaf Lundteigen anbefale en slik gründer? Jeg vil anbefale den gründeren å fortsette med sitt nøkterne forbruk. Jeg vil anbefale vedkommende å utvikle bedriften sin videre. Jeg vil anbefale den gründeren å se at det en her betaler i formuesskatt, og når den tid kommer, i arveavgift,

Man snakker her som om man må erstatte 6 mrd. kr, som om man må ta inn 6 mrd. kr et annet sted. Det er ikke det som er poenget. Poenget med å ta bort formuesskatten på arbeidende kapital er å få næringslivet til å fungere bedre, skape arbeidsplasser, produsere produkter, bedre konkurranseevnen og selge ting i utlandet for eksportindustrien. Det er hele ideen bak å ta bort formuesskatten på arbeidende kapital. Tror altså Lundteigen ikke noe på at dersom man fjerner formuesskatten på arbeidende kapital, norsk privat næringsliv gå bedre, produsere mer og skape arbeidsplasser? Det er riktig at det er skattytere bosatt i Norge som skatter til Norge, som betaler formuesskatt. Det vil altså si at de som eier virksomhet i Norge fra utlandet, betaler ikke formuesskatt, det er korrekt. Det jeg har sagt, er at ved fjerning av formuesskatt så det er merkelig om ikke det også kommer i Norge. Når det gjelder arbeidende kapital, er definisjonen av det for Senterpartiet slik at eiendom ikke inngår i arbeidende kapital.

avviser ethvert forsøk på å gjøre noe med formuesbeskatningen, med litt ulike valører av motstand, må jeg dog si. For det er klart at Senterpartiet har et utgangspunkt som er helt likt Kristelig Folkepartis, nemlig at formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes, selv om Lundteigen har noen avgrensningsforsøk – får jeg kalle det – som avviker litt fra vårt. Folkeparti har tidligere fremmet forslag i denne perioden om å fjerne formuesbeskatningen på arbeidende kapital, og det er interessant at flertallet, altså de rød-grønne, den gangen brukte følgende argumentasjon for å avvise vårt forslag. Da skrev man at «formuesskatt sammen med inntektsskatt er det avgjørende virkemidlet for å sikre skatt etter evne». La gå at det kan være et argument for formuesskatt generelt, men at det er et argument mot å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, kan jeg ikke skjønne, heller ikke når jeg hører representanten Lundteigen. Sannheten er at formuesskatt på arbeidende kapital er en skatt som rammer investeringer som faktisk trygger arbeidsplasser. Det er som rammer investeringer som faktisk trygger arbeidsplasser. Det er denne situasjonen jeg er overbevist om at LO-leder Roar Flåthen hadde i mente da han i fjor høst sa nettopp det jeg sa i replikkordskiftet med saksordføreren, at den delen av formuesskatten er i ferd med å kunne true norske arbeidsplasser og norsk industri. Jeg tror ikke Flåthen sier det fordi han har veldig forkjærlighet for dem som har store formuer. Det er fordi han er opptatt av norske arbeidsplasser – med andre ord sine egne medlemmers arbeidsplasser i stor grad. Jeg hadde egentlig håpet at de rød-grønne representantene i hvert fall hadde kunnet være med på å diskutere litt mer og litt nærmere om det er effekter av denne formuesbeskatningen som man bør gjøre noe med. Det er det visst ikke tid for ennå, men forhåpentligvis vil det komme. Norsk næringsliv går bra. Det er ikke det det er snakk om her. Vi hadde faktisk en høring for noen timer siden der sentralbanksjefen helt klart sa at situasjonen nå er den at deler av norsk næringsliv utkonkurreres – av flere årsaker – men det tilsier jo at man også ser på rammebetingelsene. Når kan man se på rammebetingelsene? Det er nettopp når man har gode tider, og man kan foreta prioriteringer, slik at man sikrer norske arbeidsplasser og norsk industri på lengre sikt. Så er det også litt påfallende at i det ene øyeblikket forsvarer man formuesbeskatningen med alle virkemidler, nærmest, og så i det neste øyeblikk er det representanter fra de rød-grønne som står og skryter av hvor mange som har sluppet å betale formuesskatt de siste årene ved hjelp av de rød-grønne. Jeg synes i hvert fall man får bestemme seg: Er det et kjempeviktig virkemiddel for å sørge for fordeling i det norske samfunnet, eller er det det ikke? Det kan ikke være slik at de som stemmer de rød-grønne og har en formue på et spesielt nivå, skal slippe, og så er man fornøyd? For man får nesten inntrykk av at det er den måten man nå kjører formuesbeskatningen på. Så til innstillingen: Vi har en sterk iver etter å få fjernet formuesbeskatningen på arbeidende kapital, men vi innser at det ville være litt dristig å fjerne den fra 1. januar 2013. Det krever nok litt mer også når det gjelder forarbeider, for bl.a. å se hvordan avgrensingene bør skje. Så når det gjelder innstillingen, går vi bort fra å støtte forlaget om å fjerne formuesskatten fra 1. januar 2013, og vil heller stemme for å vedlegge det protokollen.

Et fritak for såkalt arbeidende kapital vil imidlertid snu helt opp ned på Kristelig Folkepartis skattemessige fordelingspolitikk. Hva mener representanten Syversen er viktigst, å fjerne deler av formuesskatten eller å hegne om et omfordelende skattesystem? Det er vel her vi skiller lag. Jeg kan faktisk ikke se at det å fjerne formuesbeskatningen på arbeidsplasser i realiteten er et problem fordelingsmessig. Tvert imot, jeg at det å fjerne formuesbeskatningen på arbeidsplasser i realiteten er et problem fordelingsmessig. Tvert imot, jeg synes det er et godt fordelingsmessig grep å sørge for en formuesbeskatning som beskatter dem som tar ut formue til eget forbruk, men ikke beskatter de kronene som ligger i bedriften, arbeidsplasser. Det er derfor jeg tror at flere også innenfor rød-grønn leir, inkludert LO-lederen, ser at selv om det er mye retorikk knyttet til formuesbeskatningen, og at det blir et nå skal vi ta de rike-opplegg, er det faktisk enda viktigere med et skattesystem som sørger for at man har et godt næringsliv som kan sikre norske arbeidsplasser. Det trenger vi i møte med den fremtiden som vi har

Formuesskatten har en rekke uheldige langsiktige virkninger for sparing og investering, og er et direkte hinder for å stimulere til et nyskapende Norge. Ikke minst øker formuesskatten unødvendig skattebelastningen for mange nystartede bedrifter. Dette, sammenholdt med regjeringens såkalte aktive næringspolitikk, som i all hovedsak går ut på å øke det statlige eierskapet i norsk næringsliv, gjør at vi får en utvikling som ikke stimulerer til et spredt norsk eierskap i norsk næringsliv, men en eierskapspolitikk som favoriserer offentlig og utenlandsk eierskap. Venstre støtter helhjertet opp om den skattereformen som regjeringen Bondevik II fikk vedtatt, hvor formuesskatten gradvis skulle fjernes som en motpost til innføring av utbyttebeskatning. Dette var en helhetlig reform som også næringslivet støttet opp om, gitt denne byttingen av skattestørrelser. Det er beklagelig at regjeringen ikke har fulgt opp den delen av reformen, men heller bruker formuesskatten som et symbol i en politisk retorikk for å straffe de rike.

prosjekter ikke blir gjennomført. Sett i sammenheng med innføringen av skjermingsmetoden, som førte til økt skatt på aksjeinntekter, var det fra daværende regjeringspartiers side en forutsetning for reformen at formuesskatten skulle trappes ned og på sikt avvikles helt. Dette er nødvendig for at den samlede beskatningen av kapital ikke skal øke, noe som vil være stikk i strid med utviklingen i andre land. Venstre mener derfor at formuesskatten på sikt må fjernes helt, men deler ikke den vurderingen at det første skritt på veien skal være en

Det var også holdningen til den forrige regjeringen, som ikke prioriterte å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital før en generell avvikling. En avvikling av formuesskatten bør etter Venstres syn skje slik den forrige regjeringen la opp til, gjennom reduserte satser og høyere bunnfradrag. Dersom vi bruker det samme provenyet som ved en avvikling av formuesskatten på arbeidende kapital anslått til ca. 7 mrd. kr – kan vi sette ned innslagspunktet i formuesskatten til ca. 2 mill. kr, avhengig av hvilken modell som velges. Venstre mener dette er en mer målrettet fremgangsmåte for å redusere formuesskatten, fordi den skjermer mange bedrifter fra formuesskatt, men også fordi det fritar mange minstepensjonister og andre med relativt sett liten inntekt for formuesskatt. Venstre vil derfor arbeide videre for gradvis å avvikle hele formuesbeskatningen, slik at vi stimulerer til et spredt privat eierskap i norsk næringsliv, som Norge trenger. Til slutt noen betraktninger rundt hele debatten om formuesskatten. Vi har – for å si det forsiktig – hatt den debatten mange ganger de siste årene, uten at vi har kommet nevneverdig videre. Med unntak av SV – også her også her i dag – er det en slags omforent forståelse i alle partier om at formuesskatten har negative konsekvenser for norsk næringsliv. Mange i Arbeiderpartiet og LO har målbåret dette. Senterpartiet har gått til valg på å avskaffe formuesskatten for sin egen definisjon av arbeidende kapital, mens alle opposisjonspartiene vil redusere eller avskaffe formuesskatten. Jeg inviterer derfor finansministeren til å ta et initiativ til å samle partiene – gjerne også SV– for å se om vi kan bli enige om en modell for avvikling av den mest negative innretningen av formuesskatten, innenfor en om lag provenynøytral ramme, f.eks. gjennom økt utbyttebeskatning. Det vil styrke norsk næringsliv, og det vil styrke tilliten til norsk politikk.

Eller slår Venstre nå følge med Fremskrittspartiet og Høyre i skattepolitikken, slik at en nærmest skal se fullstendig vekk fra fordelingsvirkningene som formuesskatten har? Det er, som vi har hørt i hele debatten i dag, ulike meninger om fordelingseffekten av å fjerne formuesskatten på sikt. Jeg har her med meg overleverte i februar sine anbefalinger for norsk økonomi. De skriver for det første at det er en meningsløs skatt, og for det andre at det er fullt mulig å avvikle formuesskatten uten at det gjør de rike rikere og de fattige fattigere. De skriver videre: «Flere land som ikke har formuesskatt, har skattesystemer som virker mer omfordelende enn det norske.» Så det er ulike meninger, ulike partier. ulike partier. Vi – som jeg sa i mitt innlegg – skulle ønske at denne regjeringen kunne se på det Bondevik II lanserte i sin tid, nemlig å fjerne formuesskatten som en motpost til innføring av utbyttebeskatning. Det er riktig at Sverige tok vekk formuesskatten – de tok den vekk trinnvis, og den er

Så vidt jeg husker, var eiendomsskatten i Sverige 0,75 pst. av markedsverdien på et hus, altså 7 500 kr per million kroner som huset var verdsatt til i markedet. Den problemstillingen ble så sterk og heftig at flere partiet omdøpte eiendomsskatten til eiendomsavgift, uten at det forandret realitetene. Mitt spørsmål er: Hvorfor forteller ikke Venstre denne delen av sannheten om Sverige?

modell. Så har vi ikke diskutert eiendomsskatt i Venstre ennå. Jeg kan skjønne at en ikke har diskutert eiendomsskatt. Men mitt spørsmål var: Hvorfor forteller ikke Venstre den delen av sannheten om Sverige som jeg nå refererte til, nemlig at svenskene ikke ønsket alternativet som da var eiendomsskatt, eller det nymotens ordet eiendomsavgift? Hvorfor forteller en ikke hele sannheten, slik at en kan opplyse opinionen i Norge om hva som er forholdene i vårt naboland? Slik som jeg oppfatter replikanten nå, er det en smule frustrasjon over at man ikke vinner fram i egen regjering. Jeg vet at Senterpartiet har programfestet at man vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som jeg sa fra talerstolen. Så jeg skulle ønske at man kunne gjøre arbeidet litt bedre innad i regjeringen, slik at man på sikt fikk fjernet denne skatten som gjør at norsk industri flytter utenlands, og at man investerer mer i eiendom og aksjer utenlands. Vi ønsker at man heller sparer i norske bedrifter og hjelper

små og mellomstore formuer fra formuesskatt i det hele tatt. Andelen som betaler formuesskatt, er halvert – redusert fra 34 pst. til 17 pst. av skattyterne. Det er 500 000 færre nå enn i 2006 som betaler formuesskatt. Samtidig har vi økt progressiviteten i formuesskatten, slik at de med store og det har bidratt til å øke fordelingsvirkningen av formuesskatten. Det er et viktig grep sett fra det politiske ståstedet som denne regjeringen har. Så skatten er blitt betydelig mer fordelende. Forslaget i dag handler jo om såkalt arbeidende kapital.

hvorfor det skal være slik at de som stiller kapital til rådighet for en bank, som den kan låne ut til næringsformål, skal betale formuesskatt, mens de som investerer direkte i innretninger i bedriften eller i aksjer, skal slippe formuesskatten. Så det er avgrensninger som blir noe av utfordringen. Da er det mye mer realt å si at man ønsker å fjerne hele formuesskatten, som for så vidt antakeligvis er det endelige målet for forslagsstillerne, slik jeg har sett det – litt pluss/minus. Jeg har allerede nevnt fordelingshensyn. Dette er en viktig skatt ut fra fordelingshensyn. Samtidig er jeg den første til å erkjenne at det er uheldige sider ved formuesskatten som det er nødvendig å forbedre, og som regjeringen vil jobbe med fram mot budsjettet, der en presenterer skatteopplegget. skatteopplegget. En av de uheldige sidene formuesskatten kan ha, er at den kan påvirke investeringsvalget fordi det f.eks. er ulik fastsettelse av formuesverdier som gjør at en kan få uheldige vridninger i investeringer. Jeg vil jobbe videre med å få en bedre formuesskatt og en mer rettferdig formuesskatt. Til slutt vil jeg bare si følgende: jeg bare si følgende: Denne regjeringen er veldig tydelig på at formuesskatten skal videreføres, men det betyr ikke at alt som har med formuesskatten å gjøre, er hogd i stein. Det har vi vist at vi har kunnet jobbe med tidligere, og det skal vi også vise i framtiden. Men vi har gjort formuesskatten til et mer målrettet fordelingspolitisk virkemiddel, – bare for å nevne det – fjernet aksjerabatten og 80 pst.-regelen, som ga store skattelettelser til de aller rikeste. Det er viktig at vi ikke undervurderer den virkningen som et rettferdig skattesystem, relativt sett små forskjeller, har på evnen til å produsere og konkurransekraften i norsk økonomi, – for å vise til OECD, et synspunkt som en også er opptatt av der – hvor viktig fordelingspolitikken er som et ledd i å skape vekst, aktivitet og entusiasme for vekst og aktivitet i ulike økonomier. Det blir replikkordskifte. Det er

Derfor synes jeg det er et mye mer redelig standpunkt å si at man vil fjerne hele formuesskatten. Da slipper man i hvert fall avgrensningsproblemene. Silje Vallestad fortsetter i bloggen sin: «Jeg blir forbannet over formuesskatten.

i en veldig kostnadsintensiv næring. Hun står med fire valgmuligheter for å betale formuesskatt på en formue som hun ikke har tilgjengelig disponibelt som mindretallsaksjonær. Vil finansministeren råde henne til å ta opp mer boliglån for å øke sikkerheten, øke lønna, som hun ikke har mulighet til, ta ut utbytte – selskapet kan ikke ta ut utbytte – eller synes han kvinnelige aksjonærer i Norge som har startet bedrifter, skal selge aksjene sine for å betale formuesskatt?

her – det var et saklig innlegg, for det var i hvert fall tendenser til å si noe om at innretningen i dag ikke er problemfri. Så vidt jeg forsto finansministeren, er utfordringen at man med dagens system kan risikere at man setter pengene sine i andre objekter enn i dem som skaper arbeidsplasser. Så vidt jeg forsto finansministeren, er utfordringen at man med dagens system kan risikere at man setter pengene sine i andre objekter enn i dem som skaper arbeidsplasser. Mitt spørsmål er da: Ser finansministeren for seg en utveksling mellom boligbeskatning og formuesbeskatning for å komme i tu med de utfordringer han selv snakket om? Jeg tror generelt sett at en kommer lengst med å være saklig i de fleste sammenhenger, selv om det kan være behov for å sparke nødvendig. For å gi et lite innblikk i en finansministers hverdag når det gjelder bl.a. skattespørsmål, er det en avveining mellom å ha et skattesystem som bygger opp under gode og fornuftige investeringer, og fordelingshensyn. Det er i grunnen det vanskelige punktet med formuesskatten. Generelt sett får jeg henvise til forslag til statsbudsjettet, men generelt sett men generelt sett er finansministeren en tilhenger av bredest mulig skattegrunnlag som gir som resultat – som det gjorde i skattereformen i 1991 – muligheter for å justere satser på et generelt grunnlag, og så får vi komme tilbake til hva som skjer med formuesskatten framover.

Venstre deltar gjerne i et slikt arbeid og gjør det med et åpent sinn. For oss er det viktigst å legge til rette for at flere skal finne det interessant og lønnsomt å investere i norske bedrifter og arbeidsplasser. Er dette noe finansministeren finner

I den sammenheng, siden statsråden nevnte OECD, har OECD også gjort regnestykker om hva formuesskatten betyr for vanlig sparing for en vanlig nordmann – da har man over 100 pst. beskatning. I lys av at private husholdningers gjeldsbelastning øker kraftig, hvordan kan statsråden mene at det er så fornuftig å beholde en beskatning som rett og slett virker destruktiv på privat sparing?

et firma som heter Menon Business Economics, har laget for bl.a. NHO og Rederiforbundet, der de har undersøkt næringsoppgaver for 2007–2010 blant 190 000 eiere. Det er ca. 100 000 som har positive likningsverdier, det er ca. 80 000 som betaler mindre enn 50 000 kr i formuesskatt, det er 1,5 pst. som betaler mer i utbytte

også bruker utviklingen internasjonalt. Vi har svar fra Finansdepartementet på nettopp dette. I Sverige har man fjernet formuesskatten. Der har også eiendomsskattens andel av BNP gått ned fra 0,53 pst. til 0,33 pst. fra 2005 til 2010. I Norge har den gått opp fra 0,22 pst. til 0,28 pst., samtidig med at den rød-grønne regjeringen har fordoblet beskatningen på arbeidende kapital. Når Lundteigen og hans kamerater i Senterpartiet flyr land og strand rundt og sier at det er flertall på Stortinget for å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, får de slutte med å skape et inntrykk av andres politikk som går ut på at man må ha et bytteforhold med ikke. Jeg synes Senterpartiet skal være åpen og ærlig på at man stemmer for at vi skal ha formuesskatt på arbeidende kapital, og slutte å skape inntrykket ute om at det er et flertall på Stortinget for det motsatte. Som representanten selv sa, er «frekkhetens nådegave» ikke et parlamentarisk uttrykk. Når representanten har skjønt det, burde han holde seg for god til å bruke det. Når jeg ba om ordet, var det til representanten Gundersen, som sa at skatt på sparing var over 100 pst. Det er feil. Inntektsskatt på renter er

så det blir ingen 100 pst. beskatning av sparing. Når det er sagt, er sannheten sjølsagt at tar vi med inflasjon, lønner det seg i dag ikke å spare penger i Norge. Det er jo årsaken til – kombinert med beskatninga av investering i bolig – at mange investerer i bolig og låneinvesterer i bolig. Når det så gjelder forholdet mellom formuesskatt og eiendomsskatt, har jeg ikke sagt at det må bli bytteforholdet. Men det er slik rundt omkring – det er derfor svenskene gikk over til eiendomsskatt, det er derfor en har det i Tyskland, og det er derfor en lenge har hatt det i USA. Som jeg har sagt tidligere: Det er ingen tilfeldighet at amerikanerne har mange som lever i «mobile homes», for så lenge du setter en hjulgang under huset, er det ingen eiendomsskatt i USA – som et lite, fiffig eksempel. Det jeg prøver her, er å få et mer informativt ordskifte omkring forholdet mellom formuesskatt og eiendomsskatt. Partiet Høyre ønsker ikke det informative ordskiftet. De ønsker bare å fortelle halve sannheten, om å ta vekk formuesskatten, slik de har gjort bestandig, for de har bestandig representert finanskapitalen. finanskapitalen. Det er ikke Senterpartiets ståsted; vi representerer først og fremst realkapitalen. Representanten Gunnar Gundersen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Nei da, vi representerer ikke først og fremst finanskapitalen; vi representerer det private, mangfoldige eierskap rundt omkring i landet som sliter med en formuesskatt. Representanten Kambe hadde et utmerket eksempel i replikkordskiftet. Det er en realitet at inflasjon er i samfunnet. Prisstigning må man faktisk regne med. Formuesskatten, sammen med kapitalbeskatning og inflasjon, gjør at man har en reell beskatning på over 100 pst. på vanlige bankkontoer i Norge. Til Lundteigen: Vi kan godt sette oss ned og gjøre regnestykket, men OECD gjorde det for oss og beskrev det som en bekymring også til departementet. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg tar ordet når Skatt er skatt, og prisstigning er prisstigning. Summen av skatt og prisstigning gjør at det ikke lønner seg å spare i Norge i dag. Det er korrekt, noe som jeg sa. Men skatten på det å spare penger er ikke 100 pst. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 9 og 10. Stortinget går da til votering

statsråd